grunnleggende ferdighetene i skolen: lesning, skriving, regning, muntlig presentasjon – og digitale ferdigheter. Problemet er nok et annet sted. Det er at det er nok store variasjoner mellom skolene hva gjelder digitale ferdigheter, og det er grunn til å tro også at i flere av lærerutdanningene blir ikke lærerne forberedt på å skulle bruke digitale verktøy og Jeg skal svare på en interpellasjon om det senere. Det er noe som vi er nødt til å ha med oss. Det er bra representanten Aasen minner meg om det. Det er noe vi er nødt til å ha med oss når vi nå diskuterer hvordan en ny lærerutdanning skal være. Så er det selvfølgelig slik at, ja, det er mulig å ta politiske initiativ, og Kunnskapsdepartementet og regjeringen kan opprette nye studieplasser. Jeg sier ikke at det er uaktuelt, men hele kjernen i det høyere utdanningssystemet vårt er at de institusjonene som er, må svare på arbeidslivets behov. Vi har tatt initiativer. Vi har opprettet et treårig prosjekt som skal utvikle et overordnet system for analyse og formidling av kompetansebehov i arbeidslivet. Men hvis ikke institusjonene klarer å svare på de grunnleggende endringene som skjer i norsk arbeidsliv, og grunnleggende endringer i hva slags kompetanse man har behov for, så har vi et langt større problem enn bare IKT. Så jeg mener at i utgangspunktet må vi forutsette at institusjonene svarer på det. Så må vi ta ansvar for kunnskap om hva slags kompetansebehov vi har, og vi må ta ansvar for forskningssatsing, doktorgradsutdanning og generelt også selvfølgelig for kvaliteten på de tilbudene som gis innenfor IKT, enten det er tilbud knyttet til mer kortere profesjonsutdanninger tett på arbeidspraksis eller mer forskningstunge tilbud.
Da er det

utdanningsnivå. Jeg er derfor svært fornøyd med at regjeringen og kunnskapsministeren varsler at de vil følge opp dette både i arbeidet med lærerutdanningen og også i grunnopplæringen, høyere utdanning, forskning og ikke minst arbeidslivet. I DAMVAD-rapporten ble det vektlagt et stort behov for at flere ph.d.-kandidater måtte komme innen IKT. Dette er et behov som det også er pekt på i andre rapporter. At de borgerlige partiene styrker utdanningsbudsjettene og høyere utdanning slik at Kunnskapsdepartementet og ministeren kunne fordele 30 nye rekrutteringsstillinger i 2015, og dermed følge opp MNT-fagene med særlig vekt på IKT, er derfor veldig gledelig i denne sammenheng. Grunnlaget legges imidlertid tidlig i utdanningsløpet. Søkertallene fra Samordna opptak viser at det de siste årene har vært en økning innenfor informasjonsteknologi og informatikk. Nye tall for 2015 viser en økning i antall førstegangssøkere med over 17,5 pst. på dette området, så det er altså nå totalt Dette gir institusjonene muligheter til eventuelt å øke opptaket ved utdanningene, som er helt i samsvar med DAMVAD-rapporten, og det er et godt utgangspunkt for framtidig vekst og muligheter. Med 2,2 søkere per studieplass er det også et poeng at vi får økt konkurranse om studieplassene, og det igjen bidrar til et høyere inntaksnivå og dermed mulighet for at flere faktisk fullfører raskere og ikke minst består studiene. Det er også godt nytt i målet mot flere IKT-utdannende på høyt nivå i Norge. Det er også viktig å tenke enda tidligere på IKT i utdanningsløpet, ikke minst for å sikre en god fordeling av nødvendig kompetanse og senere rekruttering inn i høyre utdanning. Jeg har derfor med interesse fulgt bl.a. Akershus fylkeskommunes søknad om et eget IKT-fag ved Bleiker videregående skole. Jeg vet at fylkeskommunen i disse tider er i dialog med Utdanningsdirektoratet om å starte opp sitt forsøk, og forslaget har bl.a. vakt interesse og fått støtte fra NHO, Abelia, Virke, IKT-Norge og et stort antall bedrifter både i og utenfor disse organisasjonene. Det er viktig med gode fagutdanninger på videregående nivå, slik at disse kan bidra i digitaliseringen av offentlig sektor, bl.a. fordi det kan frigjøre IKT-ansatte med universitets- og høyskoleutdanning til mer prosjekterende oppgaver, og som krever høyere kompetanse. Dette kan bidra til å bedre ressursutnyttelsen i både privat og kommunal sektor, som er viktig når vi skal bredde ut IKT-utdanningen i hele utdanningsløpet. Jeg ser derfor også fram til resultatene fra arbeidet med en ny stortingsmelding om som kommunal- og moderniseringsministeren har igangsatt. Dette vil utgjøre Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens digitale agenda, og arbeidet vil skje i nær dialog med berørte departementer, deriblant Kunnskapsdepartementet, og kunnskapsministeren. Gjennom mange erfaringer med IKT-prosjekter i offentlig sektor ser vi at det er behov for en generell IKT-kompetanse i de offentlige lederstillingene. Det er sånn vi i framtiden kan unngå de mange store overskridelsene som vi dessverre har lest om, og som har bidratt til store milliardunderskudd i viktige IKT-tiltak i tjenesteytingen vår. Avslutningsvis vil jeg si at i sum vil de grepene som regjeringen er i gang med, og de tiltakene man vil se framover fra regjeringen, være viktige og gode tiltak for å møte de mange ukjente behov

I et intervju om boken «Et verdiskapende Norge» sa Torgeir Reve at det i Norge er særdeles viktig med kunnskapsinvesteringer innen sjømat, energi, maritime næringer og IKT. Det var i 2001. Nødvendigheten av investeringene innen disse næringene kommer også tydelig fram i BIs store forskningsprosjekt «Et kunnskapsbasert Norge», som munnet ut i boken med samme navn, som bl.a. Reve sto bak, og som kom ut i 2012. Det er med andre ord ikke noe nytt problem Aasen her trekker fram, dessverre. Behovet for folk med IKT-kompetanse er stort i nær sagt alle bransjer, og ikke minst i offentlig sektor. I tillegg er IKT-industrien en av de store verdidriverne i Norge. Den er blant Norges aller største næringer, med rundt 70 000 ansatte. Da er det vesentlig at man særlig innenfor felter som IKT og realfagene ser både utdanningspolitikk og næringspolitikk i sammenheng. EUs digitale agenda slår fast at omtrent halvparten av framtidig produktivitetsvekst vil komme fra bruk av IKT. Det er et enormt potensial. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som regjeringen har lagt fram, er en milepæl i så måte. For første gang legges det fram en plan som gir næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøene forutsigbarhet og langsiktighet. Regjeringen har ambisiøse mål for satsing på forskningsinfrastruktur, rekrutteringsstillinger og hvordan vi skal sikre god deltagelse i det europeiske forskningssamarbeidet Horisont 2020, noe også Stortinget har sluttet seg til. Planen varsler også en opptrapping av forskningsbevilgningen til 1 pst. av BNP, og regjeringen tar sikte på at dette målet, med dagens utsikter til BNP, kan nås rundt 2019–2020. Regjeringen og stortingsflertallet har fulgt opp planen i 2015 med om lag 700 mill. kr, bl.a. med en satsing på verdensledende fagmiljøer, næringsrettet forskning og tiltak for god deltagelse i Horisont 2020. Man har styrket den næringsrelevante forskningen samt marin forskning og de muliggjørende teknologiene nanoteknologi, bioteknologi og ikke minst IKT, både i 2014 og i budsjettet for 2015. I tillegg har man i 2015 styrket kommersialiseringsarbeidet gjennom programmet FORNY2020. Den nye nasjonale realfagsstrategien skal regjeringen legge fram i løpet av 2015. Også her håper jeg det tenkes langsiktig og helhetlig. Skal vi få flere dyktige elever, studenter og forskere innen IKT på både kort og lang sikt, må norske elever bli bedre i realfagene, særlig i matematikk og naturfag. Da må vi styrke den lokale innsatsen i den enkelte kommune og den enkelte skole og barnehage. Vi må styrke realfagene og IKT-kompetansen i lærerutdanningen, som representanten Aasen helt riktig var inne på, og vi må styrke IKT-utdanningene på både fagskole-, høyskole- og universitetsnivå.

Små, sårbare fagmiljøer og mange spredte, små utdanningstilbud med sviktende rekruttering er hovedutfordringene i den norske universitets- og høyskolesektoren. En fornuftig konsentrasjon og kvalitetsheving vil kunne føre til bedre muligheter for riktige prioriteringer og flere studieplasser innenfor IKT. Det heter seg at vi lever i kunnskapssamfunnet, og at teknologi er og høyskolesektoren. En fornuftig konsentrasjon og kvalitetsheving vil kunne føre til bedre muligheter for riktige prioriteringer og flere studieplasser innenfor IKT. Det heter seg at vi lever i kunnskapssamfunnet, og at teknologi er en av hoveddrivkreftene i samfunnsutviklinga – og egentlig er dette to sider av samme sak. Det er vanskelig å spå, som interpellanten sa, men ett vet vi, og det er at behovet for IKT-kompetanse i arbeidsstokken vil øke markant For ca. ett år siden ble det presentert en utredning utarbeidet av DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse, som anslo at det ville være behov for en betydelig økning i antall sysselsatte med IKT-utdanning i åra framover, fra 17 000 i 2000 til 55 000 i 2030. I den samme rapporten ble det vist til at dersom vi holder dagens tempo, vil det offentlige og næringslivet mangle mer enn 10 000 personer med avansert IKT-kompetanse i 2030. Rapporten slår fast at dersom vi skal nå disse målene, må langt flere enn i dag gjennomføre en IKT-relatert utdanning på høyt nivå. IKT gjennomsyrer, som vi vet, dagens samfunn. Da er det også nødvendig at alle unger får anledning til å bli fortrolig med og å beherske IKT tidlig. Vi ser i dag unger som bruker nettbrett nesten før de kan gå, og mobiltelefoner har alle. Tilgangen til IKT er mye høyere enn tidligere, og vi må møte dette i skolen. Og dette er jo realfag. Spørsmålet er om det er vi voksne som er for trege, og om lærerkompetansen er god nok. Elevenes forståelse og kompetanse i bruk av IKT, og ikke minst interesse for dette, er helt avgjørende for i hvilken grad de velger studier og gjennom det kvalifiserer seg til teknologijobber som voksne. Det er også lettere å motivere og å forstå matematikk på den måten.

Senterpartiet deler derfor interpellantens bekymring for underdekningen av IKT-kompetanse, og at dette må løses via flere spor, bl.a. ved å vurdere kapasiteten i informatikk og andre direkte IKT-disipliner. Men like viktig er det å utvikle tverrfaglige studietilbud som gir avansert IKT-kompetanse i kombinasjon med andre fagdisipliner, spesielt innenfor helse, Et funn som blir pekt på i DAMVAD-rapporten som jeg tidligere har referert til, er at det virker som det er et økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter gode tverrfaglige IKT-utdanninger på høyt nivå. Sammenholdt med funn i den nasjonale undersøkelsen Digital tilstand, som utføres hvert tredje år, der det dokumenteres at høyere utdanning fortsatt har utfordringer, både når det gjelder å utnytte teknologiens potensial som støtte for studentenes læring, og når det gjelder å sikre at studentene får noenlunde lik erfaring og kompetanse i bruk av digitale verktøy i løpet av studietida, viser dette at grunnlaget på lavere nivå for å bygge avansert IKT-kompetanse er ujevn. Svaret på utfordringa er derfor ikke kun et spørsmål om å øke antall studieplasser på master- og doktorgradsprogrammene, men at hele universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren har en utfordring i å heve IKT-kompetansen på alle nivåer i sine studieporteføljer, ikke minst når det gjelder å sikre tverrfaglig IKT-kompetanse. Vi har, som det har vært nevnt tidligere, gode miljøer både på Gjøvik, i Oslo, på Jørstadmoen osv. Vi i Senterpartiet forventer at regjeringa følger opp dette i sitt videre arbeid med dimensjonering av høyere utdanning og forskning, men også at det blir fulgt opp i arbeidet med å forbedre grunnskolen, og i hele utdanningsløpet. Og det er i grunnskolen det starter. Takk for denne lille, men informative debatten vi nå har

antall studieplasser i årene som kommer. Det står det ingenting om i denne langtidsplanen. Forslaget fra de rød-grønne ble nedstemt av posisjonen. Da er vi inne på det som også ble tatt opp av Høyres representant Kent Gudmundsen, og som får fram et veldig godt poeng, vil jeg si, når det gjelder forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre: si, når det gjelder forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre: Det er stor glede i Høyre over at man får flere søkere, for da blir det økt konkurranse om studieplassene, mens det vi gleder oss over i Arbeiderpartiet, er at da er det jo flere som vil ta en slik utdanning – og la oss utdanne flere – særlig når arbeidsliv og næringsliv er i desperat mangel på det. på det. Og når vi vet – det er gjennomdokumentert i rapporter regjeringen har bestilt – at dette trenger vi mye, mye mer av, syns jeg det bare å juble litt over at konkurransen øker, blir en ganske defensiv og tafatt tilnærming til en ganske stor utfordring, som i og for seg alle som har deltatt i debatten, har understreket. Jeg har lyst til å avslutte med et spørsmål til statsråden. Han har vel nå hatt sjansen til å si at han kunne øke antall studieplasser innen IKT eller ta andre strategiske grep innenfor høyere utdanning. Det har han nå sagt at han overlater til institusjonene selv å gjøre. Da har jeg et spørsmål når det gjelder yrkesfag. Det er sendt inn søknad, som det også ble nevnt i debatten her, om å ha et nytt Vg1-kurs i yrkesfag, Vg1-kurs i yrkesfag, i regi av Akershus fylkeskommune. Så vidt jeg vet, er den blitt avslått. Spørsmålet er om statsråden har lyst til å styre departementet og direktoratet på den måten at Udir og Kunnskapsdepartementet er positive til å utvikle og opprette en slik type yrkesfag, ut fra erkjennelsen av at vi trenger mer IKT-kompetanse i hele utdanningsløpet – fra grunnskole og videregående opplæring bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Vil statsråden gjøre det? Herved gir jeg ham en sjanse til å komme med et konkret svar på utfordringen. Tusen takk til representanten Aasen for jeg ham en sjanse til å komme med et konkret svar på utfordringen. Tusen takk til representanten Aasen for at hun tar opp interpellasjonen. Jeg tror ikke dette er et tema som vi er ferdig med. En grunn til det er også at en av de tingene som kjennetegner fremtidsfremskrivninger, er at situasjonen har en tendens til å endre seg etter hvert. Men det er også åpenbart at behovet for IKT-kompetanse, IKT-utdannelse og IKT-kunnskap i skolen og i høyere utdanning kommer til å øke i Jeg mener det er viktig at dette er en naturlig del av lærerutdanningene. Jeg mener at det er en viktig del av etter- og videreutdanningen – altså både studiepoenggivende og videre- og etterutdanning – og at det, som representanten Aasen sa, kan være et viktig verktøy i kampen mot tidstyver. Jeg mener det er viktig at vi styrker forskningen og utdanningen på dette feltet, f.eks. gjennom flere

om dagens fag er godt nok. Det passer i og for seg godt inn i det arbeidet som vi har varslet, i tråd med det forrige regjering la frem i Meld. St. 20 for 2012–2013, om at vi skal gå gjennom alle yrkesfagprogrammene for å se om de er tilpasset arbeidslivets behov. Det arbeidet er nå i gang, sammen med bl.a. de faglige rådene. Det er da helt naturlig at man starter med de programmene som har dårligst kobling til arbeidslivet. Dette er et felt som kan være modent for det.

men det er en problemstilling som jeg ble opptatt av etter hvert som jeg lærte skolepolitikk i min første periode på Stortinget – 2005–2009. Da satt jeg i utdanningskomiteen og oppdaget at det var en klar, systematisk forskjell mellom gutters og jenters prestasjoner i skolen. Det var samtidig en prestasjonsforskjell som svært få diskuterte, og som det var liten oppmerksomhet rundt. Jeg skal også innrømme at jeg ikke tok det opp som en egen utfordring eller sak den gang. Foranledningen nå er at Hedmarksbenken hadde sitt årlige januarmøte med Fylkesmannen i Hedmark. Der fikk vi en gjennomgang av situasjonen i skolen i Hedmark. Det er en kjent sak at Hedmark har utfordringer med lavt utdanningsnivå, og at man også ligger lavt på prestasjoner i landssammenheng. Men det finnes lyspunkter, og det jobbes godt for å heve Hedmarksskolen opp på den nasjonale prestasjonskurven. Det er jeg glad for og fornøyd med. Men nok en gang fikk vi presentert store forskjeller, målt i form av grunnskolepoeng, mellom gutter og jenter i prestasjonene, og forskjellene mellom gutter og jenter er større i Hedmark enn de er i landet for øvrig. Forskjellen, målt i grunnskolepoeng, som ble presentert, viste at for hele landet ligger forskjellen i gutters disfavør nokså konstant på 4 grunnskolepoeng, mens den har variert mer i Hedmark, men er i gjennomsnitt 4,4 grunnskolepoeng i gutters disfavør. For å illustrere hvor store forskjeller dette er, har professor Thomas Nordahl billedliggjort det for meg. Prestasjonsforskjellene mellom gutter og jenter i norsk skole er ifølge Thomas Nordahl nesten de samme som prestasjonsforskjellene mellom finsk og norsk skole. Det er altså nokså dramatisk. Det som forundrer meg, er at forskjellen er systematisk, og den tildrar seg veldig liten oppmerksomhet. De færreste vil være bekjent av eller hevde at gutter har svakere evner enn jenter, og da er dette systematiske og vedvarende forskjeller som fortjener oppmerksomhet og fokus. Det ble i hvert fall en debatt om dette på møtet mellom Hedmarksbenken og Fylkesmannen, og jeg bestemte meg samtidig for å bringe debatten hit til Stortinget i form av en interpellasjon. Det har i ettertid vært flere oppslag i lokalmedia om forskjellene i skolen. Overskriften i et oppslag i Glåmdalen 24. mars lyder: «Flinke jenter gruser gutta». Oppslaget fokuserer på forskjellene mellom gutter og jenter i skolen i sør-Hedmark, og da kommer også forskjellene mellom kommunene tydelig fram. I en kommune er forskjellen hele 8 grunnskolepoeng, mens den er bare 2 i en annen kommune. Disse variasjonene er interessante i seg selv. Jeg håper de færreste tror at gutter fra naturens side er svakere utrustet enn jenter. Er man av den oppfatning at det i utgangspunktet og fra naturens side ikke er vesentlige forskjeller mellom kjønn, har vi en utfordring som vi bør vite mer om. Jeg mener det bør forskes vesentlig mer på dette enn jeg har klart å grave fram, og det bør være en problemstilling som bør få vesentlig mer oppmerksomhet i skolepolitikken enn det vi har gitt den så langt. For vi kjenner altfor godt konsekvensene av ikke å få en god utdanning. Det finnes selvfølgelig enkelte unntak, personer som enten presterer svakt i skolen eller velger å droppe ut av skolen, og som senere gjør stor karriere i næringslivet og skaper seg en egen formue eller trygg livsplattform, men sjansene for at man havner utenfor samfunnet og blir avhengig av velferdsgoder fra samfunnet, er betraktelig større. Suksesshistoriene har derimot lett for å komme i media, mens alle enkeltskjebner som ikke klarer seg, forsvinner i statistikken. Jeg har diskutert dette med professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark. Han har bidratt med mer informasjon, og det ligger mye interessant der. Ulikhetene mellom gutter og jenter fortsetter inn i videregående utdanning og synliggjøres gjennom at 65 pst. av jentene gjennomfører videregående utdanning på normert tid, mens bare 50 pst. av guttene gjør det. Tar man perspektivet «bestått innen fem år», er det 75 pst. av jentene som har bestått, men bare 65 pst. av gutta. Ser man på den faglige fordelingen i form av gjennomsnittskarakter, er jentene betydelig bedre enn gutta i norsk og engelsk skriftlig, mens matematikk er lyspunktet. Der er gutta på høyde med jentene. Går vi videre og ser på nasjonale prøver, er ikke forskjellen mellom gutter og jenter stor, om den kan sies å være der i det hele tatt. I nasjonale prøver scorer jenter bedre enn gutter i lesing, både på 5. og på 8. trinn, mens gutter scorer tilsvarende bedre enn jenter i regning på begge trinn. Dette er interessant, fordi nasjonale prøver er ekstern bedømming, mens grunnskolepoeng i langt større grad avhenger av relasjonen mellom lærer og elev. Læreres oppfatninger om elevenes kunnskap og ferdigheter ser altså ut til å bidra til å forme jenters og gutters prestasjoner slik de framkommer i form av grunnskolepoeng, og ikke minst gjelder det lærernes vurdering av prestasjonene. På annen måte kan man ikke tolke at det ikke er helt samsvar mellom hva nasjonale prøver viser, og hva grunnskolepoeng og standpunktkarakterer viser. Konsekvensene av at gutta får lavere grunnskolepoeng får lavere grunnskolepoeng og lavere standpunktkarakterer enn jentene, er store. Det er disse bedømmingene og ikke de nasjonale prøvene man har med seg når man søker videre utdanning. Der vet vi at bildet har endret seg kraftig de siste årene, og jenters overrepresentasjon på utdanninger som krever høye karakterer for at man skal komme inn, er stor. Det er altså noen klare faktorer som peker i retning av at forskjellene mellom guter og jenter i skolen både varierer sterkt fra skole til skole og er avhengig av måten elevene bedømmes på. Dette er begge faktorer som skolen har en mulighet til å analysere og til å kunne påvirke. Da bør ikke Glåmdalens overskrift – «Flinke jenter gruser gutta» – få feste seg som en sannhet man ikke får gjort noe med. man ikke får gjort noe med. Man må da heller ta tak i utfordringen, analysere den og finne grep som kan tas for å utjevne forskjellene. Vi vet noe om hva som skaper en god skole, og det samsvarer mye med hva man i en studie fant karakteriserte skoler der prestasjonsforskjellene mellom gutter og jenter var små. Noen kjennetegn som kan karakterisere disse skolene, er høye forventninger til elevene

om den praksis som er i mange skoler, med selvregulerende læring, er til gutters ugunst. Den selvregulerende læringen kan i så fall også være med på å forklare de store forskjellene man finner mellom skoler, fordi det da henger sammen med hva slags pedagogikk som praktiseres. Mitt poeng med å bringe dette til torgs er at det er prestasjonsforskjeller mellom gutter og jenter i skolen som vi ikke må akseptere som naturgitte. Forskjellene i skolen gir som resultat at man får helt forskjellige muligheter, og er avgjørende for hvilke muligheter som åpner seg for hver enkelt framover. Det er alltid unntak som bekrefter regelen, men svak skolegang og skoleresultater medfører stor risiko for at man heller ikke senere i livet får utviklet sitt potensial. Derfor mener jeg de kjønnsforskjellene vi ser i skolen, fortjener mer oppmerksomhet enn de har fått så langt. langt. Aller helst hadde jeg ønsket å se at man setter i gang praktisk følgeforskning der man har som mål å finne ut hvilke virkemidler som er effektive med hensyn til å fjerne disse forskjellene. Det holder ikke å si at gutta er mer urolige, har annet fokus eller er mer ukonsentrerte, når det faktisk er tegn på at skolene selv kan gjøre mye for å rette opp i ubalansene. Jeg ser fram til en god debatt.

om kjønnsforskjeller og skoleprestasjoner for Kunnskapsdepartementet. Disse kunnskapsoversiktene viser at det finnes relativt lite empirisk forskning som direkte dokumenterer hva det er som forårsaker og eventuelt opprettholder kjønnsforskjeller i læringsutbytte i skolen. En svakhet er også at forskningen i liten grad undersøker samspillet mellom kjønn og andre forhold, f.eks. sosial og etnisk bakgrunn. Men det finnes likevel studier som har forsøkt å forklare hvorfor og hvordan kjønnsforskjellene i elevers skolefaglige prestasjoner oppstår, og hva som bidrar til å opprettholde forskjellene. I tidligere studier argumenterte forskere for at årsakene til forskjellene lå utenfor skolens kontroll, som sosial bakgrunn og andre familiefaktorer, som f.eks. den franske sosiologen Boudons verditeori, der han fremhevet hvordan skole og utdanning i mange tilfeller har ulik verdi for elever med ulik sosial bakgrunn. Ifølge den teorien er motivasjonen for å prestere i skolen påvirket av normer og verdier som den enkelte blir påvirket av hjemmefra og fra det sosiale miljøet familien tilhører. I dag er det imidlertid større enighet om at faktorer innenfor skolens kontroll også er av betydning for elevenes prestasjoner i skolen, noe også representanten Gundersen fremhevet. Undersøkelser viser at jenter som gruppe synes å være mer motivert for å prestere på skolen. De jobber mer med skolearbeidet, og det kan også se ut som om gutter er mer avhengige av indre motivasjon, som man kaller det, for at de skal gjøre det bra. Noen internasjonale studier peker også på at lærere lett kan vurdere jenter generelt som mer skoleflinke enn gutter. Dette kan igjen ha sammenheng med at jenter ser ut til å være mer velfungerende enn gutter i klasseromssituasjonen, igjen basert på undersøkelser og forskning. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner settes også i sammenheng med oppfatninger i jevnalderkulturen, altså blant dem som er på samme alder. Det kan se ut som om jenter lettere aksepteres som både skoleflinke og populære, mens guttene har en større tendens til å utvikle en slags «antiskolekultur», der det i noen miljøer er verken mandig eller tøft å være flink på skolen. En studie av Thomas Nordahl med flere har sett på kjennetegn ved skoler der kjønnsforskjellene i skolefaglige prestasjoner er relativt små. Det er i høyeste grad interessant. interessant. Studien finner at disse skolene kjennetegnes ved at de har høye faglige forventninger til alle elever, og at de vektlegger utviklingen av et godt og inkluderende læringsmiljø. En finner også støttende og positive relasjoner mellom elev og lærer samt at lærerne fremstår som tydelige ledere i klasserommet. Skolene kjennetegnes av en spesifikk satsing på lesing, der det legges vekt på å finne lesestoff som spesielt interesserer gutter – igjen som det ble fremhevet av representanten Gundersen. Dette viser at faktorer som god klasseledelse, gode relasjoner mellom elev og lærer samt et inkluderende elevfellesskap og tydelige forventninger til elevene fremmer læring hos alle elever. Men vi kan nok si at det ser ut til at guttene nyter godt av denne typen allmenn, god pedagogisk praksis i særlig grad.

Men det er en utfordring at ikke flere skoler bruker denne kunnskapen i valg av undervisningsmetoder. Vi kan kanskje generalisere og si at det er en generell utfordring i den norske skolen at vi burde være mye flinkere på den enkelte skole og i den enkelte kommune til å se hva som er de siste resultatene innen utdanningsforskningen, til å diskutere egen praksis og se hvordan man kan ta nye erfaringer fra andre skoler i bruk. Mange skoler i dag har en pedagogisk praksis med en sterk vektlegging av selvregulert læring, der undervisningen er relativt sterkt individualisert. Det kan se ut som om denne pedagogiske praksisen er noe gutter har større problemer med å mestre enn jenter snitt. Det er selvfølgelig en tankevekker. Bevissthet om kjønnsforskjeller i barn og unges utvikling og læring krever kompetanse hos de ansatte. Kunnskap om bl.a. biologiske og kulturelle forskjellers betydning for læring er nødvendig for god pedagogisk tilrettelegging i både barnehage og skole. Selv om det ikke er noen grunn til å anta at gutter og jenter i utgangspunktet skal få forskjellige skoleresultater, er det noen forskjeller fra naturens side. Regjeringen vil øke kunnskapen om hvilke faktorer som kan forklare forskjeller mellom gutters og jenters læring og utvikling, for å få et bedre grunnlag for mer treffsikre tiltak. Særlig interessant er forskning om selvregulering og arbeidsmåter både i barnehagen og i skolen. Selvregulering er f.eks. det at man lærer å vente på tur, at man lærer å konsentrere seg om én ting, og det er et utrolig viktig grunnlag å ha med seg når man skal lære å lese og skrive eller å skjære eller mure. Særlig interessant er altså forskning om selvregulering og arbeidsmåter. Kunnskapsdepartementet vil derfor i den kommende likestillingsmeldingen som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet presenterer, vurdere å sette ut et forskningsoppdrag for å innhente mer kunnskap om dette. Jeg vil også påpeke at Kunnskapsdepartementet har en rekke satsinger som retter seg mot forbedring av opplæringen, med mål om å gi økt læringsutbytte for både gutter og jenter, og noen av satsingene som kommer, har spesielt oppmerksomhet på guttene. Lærerløftet, med mål om faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet og flere karriereveier for lærerne, kan være med på å sikre en skole hvor elevene lærer enda mer. Tilsvarende kan også midlene til økt lærertetthet fra 1. til 4. trinn, som flertallspartiene på Stortinget ble enige om i budsjettet for i år, og som gir rom for å ansette 700 flere lærere i småskolen, brukes lokalt til å styrke f.eks. utsatte elevers posisjon, og dermed guttenes posisjon. Å kunne lese og skrive er grunnleggende for å mestre alle fag, og i den nye lese- og skrivestrategien som kommer i løpet av året, er elever med lese- og skrivevansker, gutter og elever med innvandrerbakgrunn særskilte målgrupper. Vi går altså bort fra en generell strategi for alle og retter oss mer inn mot spesielle målgrupper. Strategien bygger på barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og lett tilgjengelige pedagogiske ressurser. Tiltaksområdene i strategien omfatter barns språkutvikling, lese- og språkstimulerende aktiviteter i barnehage og overgangen mellom barnehage og skole. Det skal rettes særlig fokus mot den første skrive- og leseopplæringen og betydningen av lesing og skriving i andre fag. Jeg har også lyst til å fremheve Ungdomstrinn i utvikling, en nasjonal etterutdanningssatsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, skriving og lesing. Det er ikke tiltak rettet spesielt inn mot gutter, men er et tiltak som kan bidra til at skolen blir bedre. Så er det et siste område som ble omtalt i media de siste ukene, og det er rekruttering. Misforstå meg rett, jeg mener på ingen måte at det er slik at en kvinnelig lærer ikke kan bidra til løfte opp guttene. Snarere tvert imot – det er mange kvinnelige lærere som i aller høyeste grad bidrar til å løfte opp gutter og hjelpe dem til å knekke både lesekode, regnekode og andre koder hver eneste dag i norske klasserom. Men jeg tror at det at man har en relativt jevn kjønnsbalanse både i barnehagen og i skolen, også kan være et bidrag til at flere gutter ikke bare føler at de blir sett, men at de også føler at de har noen som kan forstå hva de holder på med. Jeg vil også nevne arbeidet med å få ned frafallet, som må være systematisk målrettet og forskningsbasert. Vi vet at frafallet er størst på en del av de yrkesfaglige studieretningene, og det er størst på en del av de studieretningene hvor guttene er overrepresentert. Vi vet også hva det neste steget blir av at disse guttene ikke passer inn i skolen, ikke får med seg de grunnleggende ferdighetene, eller ikke kommer seg igjennom videregående skole. Det er at menn og gutter er overrepresentert på de aller fleste negative statistikker i Norge. De er overrepresentert f.eks. blant unge sosialhjelpsmottakere på Nav, og de er overrepresentert også i kriminalitetsstatistikken. Så en god barnehagepolitikk og en god skolepolitikk for guttene er avgjørende for å gjøre noe med det. Det syns jeg var et veldig godt svar fra statsråden. Jeg er veldig godt fornøyd med at det er fokus på i kriminalitetsstatistikken. Så en god barnehagepolitikk og en god skolepolitikk for guttene er avgjørende for å gjøre noe med det. Det syns jeg var et veldig godt svar fra statsråden. Jeg er veldig godt fornøyd med at det er fokus på problemstillingen, og at det også i likestillingsmeldingen kanskje kommer noe mer om forskning på dette for å finne ut hvordan man kan unngå disse forskjellene. Det som var utgangspunktet mitt, er at grunnskolepoeng og prestasjoner i skolen faktisk er selve grunnlaget for hvordan man skal skape seg et godt liv hvordan man skal skape seg et godt liv seinere, hvordan man skal få realisert mulighetene sine. Det er en problemstilling som er viktig, og som Stortinget må ha fokus på. Dette skal ikke være en debatt om kvinner i skolen eller den type ting, for det er mer et spørsmål om man får de virkemidlene og det fokus som problemstillingen fortjener, og som forskjellene tyder på at man bør ha.

Så kunne man kanskje ha nytte av at man gjorde det til en regionsak. Jeg skal ikke bringe kommunedebatten inn her, men det er klart at det å få kompetanse inn også på ledernivå på skolen, er viktig. Jeg er glad for at man har gått bort fra dette med at det er sosiale faktorer som ligger bak, og at man i dag fokuserer langt mer på det som skolen selv har kontroll på. Det tror jeg er en langt er en langt riktigere vei å gå. Og når det gjelder det som statsråden i og for seg avsluttet med, at gutter er overrepresentert på de fleste sosiale statistikker, stammer mye av det kanskje rett og slett fra denne problemstillingen. Dermed er det en særdeles viktig problemstilling, særlig når vi leser hovedoppslaget i dagens Aftenposten. Så ser jeg ser fram til debatten. Jeg er veldig godt fornøyd med statsrådens svar så langt. Igjen – et av spørsmålene når man skal angripe denne problemstillingen, er:

kommer vi til å ha spesiell oppmerksomhet om gutter. Det er fordi vi ser at guttenes resultater er dårligere enn jentenes. Når det gjelder frafall, er det et generelt arbeid å få frafallet ned. Men allikevel er guttene overrepresentert på frafallsstatistikken. En annen generell problemstilling er balansen i skolen mellom det man ofte kaller for det praktiske og det teoretiske.

ikke klarer å henge med i den vanlige undervisningen, er spørsmålet: I hvor stor grad klarer vi å tilrettelegge tilbud som er målrettet, som er individuelt lagt opp med skreddersøm for de elevene som ikke klarer å følge undervisningen på vanlig måte? Der er det også gode – hva skal man si – luftehull, pustehull, gård, som er et tilbud her i området. Men allikevel har vi ikke klart å lage noe systematisk politikk for å klare å fange opp de elevene som ikke får godt nok utbytte av den vanlige undervisningen. Og da snakker jeg ikke om alle som sliter med lesing, skriving, regning eller andre fag, da snakker jeg om dem som faller helt utenfor, og også der er dessverre gutter ofte overrepresentert. Jeg synes vi må ha problemstillingen klart for oss, for hvis det er slik at dette ikke er naturgitt, men man kan endre på det gjennom praksis på skolen, betyr det at en skole som er bevisst på problemstillingen, som er oppdatert på hva slags løsninger man har tatt i bruk på andre skoler for å få ned forskjellene mellom kjønnene, faktisk kan gjøre det på sin egen skole også. Og det gir grunn til å tro at dette problemet ikke er uløselig, snarere tvert imot, det går an å løse, og det går an å løse på den enkelte skole. Birk på 15 år sa det for noen år siden i spalten Si-D i Aftenposten: Gutter er

og på videregående slår det ut i frafallsstatistikken. Dette er alvorlig, og det blir snakket om et gutteproblem i skolen. Men jeg tror det er for snevert å henge en merkelapp på et enkelt kjønn. Fokuset jeg tror vi må ha, er på de store variasjonene i helheten. Rapporten fra NOVA om kjønnsforskjeller i utdanningssystemet bekrefter det. De skolene som har fokusert på å løfte alle elevene, løfter også automatisk guttene. Da jeg jobbet i skolen, slet jeg med å få noen av guttene i 5. klasse til å lese Frans-bøkene og Lotta-bøkene. Vi hadde bestemt på teamet at dette var bøker som klassen skulle lese. Men da vi var på skolebiblioteket og hadde fri bibliotektime, så jeg fort at faktabøker om planeter, teknikk, dyr og naturfenomener ivrig ble plukket ut av hyllene. Guttene leste dem engasjert og ivrig. Det sier ganske mye, for det vi voksne hadde bestemt og definert som riktig lesing, fanget ikke opp de ivrigste guttene. Resultatet ble at de ikke leste. Man blir jo ikke noen dårligere leser av å lese om planeter framfor å lese om livet til Frans og Lotta. Siden jeg er inne på lesing: Jeg tror vi trenger flere lesende forbilder. Jeg tror på tiltak som f.eks. det Foreningen !les gjennomførte i fjor, da de i sin kampanje for økt leselyst brukte 14 fotballspillere fra Tippeligaen som lesende forbilder. Jeg tror «cluet» for å lykkes handler om motivasjon og interesse flere veier til mer læring – fordi alle elever er forskjellige. Derfor mener jeg det er riktig i denne debatten også å nevne verdien av valgfagene, som den rød-grønne regjeringen gjeninnførte i ungdomsskolen. Mange av dem som faller ut av videregående, går på yrkesfag – de som ikke får læreplass, eller som stryker i fellesfagene. Det er mange gutter i denne kategorien, og et løft av yrkesfagene er også et løft av Men det viktigste av alt mener jeg er å starte tidlig. Vi må sørge for at alle som ramler av lasset tidlig i barneskolen, blir hanket kjapt inn igjen – at vi ikke venter og ser. Derfor har Arbeiderpartiet nylig levert inn representantforslag om å styrke den tidlige innsatsen i barneskolen. Jeg er enig med interpellanten og statsråden i at vi trenger mer kunnskap om hvorfor kvinner og menn mestrer utdanning ulikt. Hvorfor er det sånn, og hvilke tiltak kan vi iverksette? Da jeg tok lærerutdanning, snakket vi om de stille, forsiktige og pliktoppfyllende jentene som et problem. Nå snakker vi om de urolige guttene. Ting forandrer seg, men jeg tror vi skal være varsomme med å sette folk for mye i bås. Kjønn er ikke like, gutter er ikke like: Jeg er en gutt som er kjæreste med en annen gutt, Heidi var bedre enn alle guttene i min klasse til sammen i fotball, ingen var så flinke til å sy blokkfløyteetui som Simon, og Vanja var klassens klovn – ikke helt typisk, men det er faktisk hverdagen. Vi må ha en skole som tilpasser seg de forskjellene, en skole med forventning, tydelighet og et bredt læringssyn. Sånn løfter vi også

var så flinke til å sy blokkfløyteetui som Simon, og Vanja var klassens klovn – ikke helt typisk, men det er faktisk hverdagen. Vi må ha en skole som tilpasser seg de forskjellene, en skole med forventning, tydelighet og et bredt læringssyn. Sånn løfter vi også guttene. Jeg vil gi ros til interpellanten for å ha tatt opp denne problemstillingen. Det er fra mange hold reist bekymringer for hvordan det går med gutter i skolen i dag. Vi vet at mange kanskje ikke trives i skolen og opplever at skolen er mer lagt En god skole skal bidra til at alle elever finner seg rette og får utvikle seg. Det er og må være vårt viktigste mål. Jeg tror vi alle i denne sal er enige om at skolen skal legge like mye til rette for jenter som for gutter. Alle skal møte utfordringer. Når vi samtidig ser at så ikke alltid er tilfellet, reiser det spørsmålet om hva kan vi gjøre.

og over hva det betyr for hvordan vi best kan hjelpe de guttene som trenger det. Det er ikke nødvendigvis gjennom å legge opp egne tilbud for dem, men gjennom at de møter en skole som stiller krav og forventninger til alle elevene, uavhengig av ferdigheter. En av våre kjente skoleforskere forteller om en episode han en gang var vitne til da han var på besøk i en barnehage for å observere barna og de ansatte. Det er sikkert noen av dere som kjenner historien: En gruppe med barn i fire–fem-årsalderen skulle ut på tur, og han ble med. Mens de gikk, kunne forskeren ikke la være å legge merke til at den ene gutten gikk med øynene nesten lukket og kunne knapt se. Han hadde dem åpne nok til å se hvor han gikk for ikke å falle, men ellers så han lite. Dette vekket naturlig nok nysgjerrigheten til forskeren som gikk bort til gutten og spurte hvorfor han gikk tur med øynene nesten lukket. Da svarte gutten raskt og kontant: Jo, det er fordi at hvis jeg ikke ser hva som er rundt meg, så kan jeg ikke tegne det når vi kommer tilbake til barnehagen. Det må vi alltid gjøre når vi ha vært på tur, og jeg vil heller gjøre noe annet. For meg illustrerer denne lille anekdoten betydningen av at aktiviteter i skole og barnehage må være tilpasset både gutter og jenter. Det bidrar til motivasjon for læring. Det trenger gutter på lik linje med jenter. Kunnskapsdepartementet gir uttrykk for at de ønsker mer forskning om kjønnsforskjeller i skoleprestasjonene, og det er viktig. Jeg er også veldig glad for at regjeringen og kunnskapsministeren nå sier at de har som mål å øke kunnskapen om hvilke faktorer som kan forklare forskjellen mellom jenters og gutters læring og utvikling. Det er en kunnskap vi trenger, og som er nødvendig for at vi skal komme videre med dette.

måte, så det var helt greit å slutte seg til det. Jeg vil også vise til den framlagte kunnskapsoversikten fra NOVA, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Der har en altså ikke funnet noen norske tiltak som har som mål å redusere kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, dette til tross for at kjønnsforskjeller i skolen har vært kjent over veldig lang tid. Fremskrittspartiet, i likhet med alle andre i denne sal, mener at det skal være høye ambisjoner for alle elever. Dessverre viser NOVA-oversikten at dette ikke har vært noe særlig tydelig mål tidligere. Kjønnsforskjellene i leseferdigheter er bekymringsfulle bekymringsfulle og er langt større i Norge enn i andre OECD-land. Det er langt flere gutter enn jenter som ikke er funksjonelle lesere etter grunnskolen. Det kommer til å bli vanskelig for dem både å ta fagutdanning og få en langvarig og permanent tilknytning til norsk arbeidsliv. Forskningen på området spriker i mange retninger, men det er svært mye som tyder på at struktur gjennom sterk og klar klasseledelse er til fordel for alle elever, og i særdeleshet for gutter. I den omtalte NOVA-rapporten trekkes det bl.a. fram at dagens fokus på ansvar for egen læring, til forskjell fra tidligere tiders fokus på kollektive læringsformer, har bidratt til mindre strukturert undervisning og mer utydelige forventninger. Det kan se ut som at jenter profitterer mer på denne undervisningsformen enn gutter – igjen på gruppenivå. Fordi jenter er sosialt flinkere enn gutter

En god lærer er en god rollemodell. Et læringsmiljø som fungerer for både gutter og jenter, avhenger av en rekke faktorer og berører flere fag: psykologi, motorikk, læring og pedagogikk. Forholdene må legges til rette for seriøs forskning på feltet, slik at man får etablert gode, forskningsbaserte løsninger i Fremskrittspartiet er positiv til at regjeringen har igangsatt flere tiltak som generelt er rettet mot å bedre elevers læringsresultater, herunder kompetanseheving av lærere og en ordning med realfagskommuner for å stimulere til at kommunene tar et overordnet og strategisk ansvar for å forbedre ferdigheter og Norges framgang i lesing de senere årene kan sannsynligvis tilskrives en langsiktig satsing på lesing, sist gjennom Lesesatsing 2010–2014. Likevel ser man at norske elever, særlig gutter, fortsatt har en utfordring når det gjelder lesing, også dersom vi sammenligner oss med andre land. Å videreføre og fornye lesesatsingen vil være viktig, ikke minst for å øke guttenes lesekompetanse. Kunnskapsdepartementet arbeider nå med lesesatsing for perioden 2015–2019, og deler av satsingen vil rette seg spesielt mot gutter og minoritetsspråklige elever. Elever med lese- og skrivevansker er også en særskilt målgruppe. Det er også igangsatt, og i ferd med å igangsettes, flere tiltak som har til hensikt å forhindre frafall i videregående opplæring, der bl.a. en praksisretting av teorifagene forhåpentligvis vil slå heldig ut for mange gutter. Det skal bli interessant å se om stortingsflertallets satsing på økt lærertetthet fra 1. til 4. klasse vil redusere behovet for enkeltvedtak og særskilt oppfølging senere i skoleløpet, noe som rammer gutter spesielt. Regjeringen vil forske på hvilken effekt økt lærertetthet gir, og Fremskrittspartiet ser fram til svar på om satsingen på økt lærertetthet på sikt bidrar til å utjevne læringsresultatene mellom gutter og jenter. jenter. Fremskrittspartiet mener det er behov for forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som styrker kunnskapene til både gutter og jenter. Vi er derfor positive til at kunnskapsministeren er såpass tydelig på at regjeringen har som mål å øke kunnskapen om hvilke faktorer som kan forklare forskjeller mellom gutter og jenters læring og utvikling.

og gjøre det dårligere på skolen enn storesøstrene. Det er større sjanse statistisk for at han ender opp med behov for spesialundervisning enn søstrene, det er større sjanse for at han blir en av dem som går ut av tiende klasse uten å kunne lese og skrive skikkelig, og det er større sjanse for at han er en av dem som dropper ut av skolen. Men hvorfor er det sånn? Interpellanten stilte spørsmål om dette er naturgitte forutsetninger. forutsetninger. Jeg tror ikke det er sånn at gutter har et dårligere utgangspunkt, egentlig, for å lære enn jenter. Men når det er så systematiske forskjeller i resultatene, må vi jo ta innover oss det. Kanskje det er noen forskjeller på gutter og jenter tross alt, selv om jeg er helt enig i representanten Tynning Bjørnøs advarsel mot å generalisere for mye. Tidlig innsats er viktig, uansett om det er snakk om gutter eller jenter. Og vi vet at økt lærertetthet, mer tid til hver elev, er spesielt viktig for de svakeste elevene, for gutter og for elever med minoritetsbakgrunn. Derfor er jeg veldig glad for at samarbeidspartiene på Stortinget er blitt enige om en satsing på økt lærertetthet på første til fjerde trinn og å sette i gang forskning for å se nærmere på hvilke resultater og effekter dette kan ha. Vingar skole på Lillehammer er en skole som skiller seg litt ut på mange måter. Det er en skole der guttene gjør det bedre enn jentene på nasjonale prøver. Det er også en skole som skiller seg ut fordi andelen mannlige lærere er på rundt 50 pst., mens andelen mannlige lærere i grunnskolen generelt kun er på rundt Thomas Nordahl kommenterer dette overfor NRK, og sier at mannlige lærere antakelig ser på gutter på en litt annen måte. De er kanskje flinkere til å anerkjenne guttene, og ikke minst møte dem med litt mer konkurranseorienterte og fysisk orienterte tilnærminger. Nordahl mener altså at det å ha nok mannlige lærere i skolen kan være en nøkkel til å løfte guttene. Men så er det en utfordring at det er stadig færre menn i grunnskolen, og det er stadig færre menn som søker seg inn på lærerutdanningene. Det er en utfordring vi må ta tak i. Jeg mener at det må gjøres ved å løfte statusen til læreryrket, løfte statusen til lærerutdanningen. Her er regjeringen i gang med flere tiltak, og jeg mener at mye av det som ligger der, er bra. Jeg tror det også kan være en idé å ha et felles første år for lærerutdanningene, fordi vi vet at det er spesielt få menn som søker seg inn for å bli lærere for de minste barna. Vingar skole skiller seg også ut ved at de har satset på fysisk aktivitet. Det pekes også på som en suksessfaktor ved denne skolen. Statsråden var selv inne på at kanskje det er sånn at jentene har litt lettere for å finne seg til rette i en klasseromssituasjon enn guttene. Og kanskje guttene trenger en litt mer fysisk form for læring enn det jentene gjør. Derfor tror jeg at det å satse på fysisk aktivitet i skolen også er et viktig tiltak – som vil komme både gutter og jenter til gode, men kanskje spesielt guttene. Jeg hadde gleden av å besøke en skole i Drammen for et par–tre uker siden, sammen med en stortingskollega fra Høyre. Der fikk vi se hvordan de hadde klart å innlemme den fysiske aktiviteten i skolehverdagen. Vi besøkte en skoleklasse som hadde matteundervisning. De måtte løpe rundt i skolegården og finne lapper med sin farge på, og på hver av de lappene sto det farge på, og på hver av de lappene sto det en brøk. Så måtte de løpe tilbake til plassen sin og sortere disse brøkene etter størrelse. Det er en motiverende og fysisk form for matteundervisning, og det er en øvelse som kanskje noen hver i denne salen kunne hatt godt av å prøve seg på. Jeg tror at det å øke andelen mannlige lærere er viktig, jeg tror at fysisk aktivitet i skolen er viktig, jeg tror at fysisk aktivitet i skolen er viktig, og jeg tror at tidlig innsats og økt lærertetthet er viktig for å løfte guttene i norsk skole.

er veldig ulike i modning når de begynner på skolen. Vi vet fra forskning at den største forskjellen på gutter og jenter er i de tidligste skoleåra, og at det jevner seg noe ut etter som åra går. Problemet er ofte at forskjellene som er opparbeidet fra de tidligste skoleåra, får lov til å festne seg, og vedvarer helt til de går ut fra skolen. Som det tidligere er nevnt, er det flere gutter som dropper ut av videregående skole, flere gutter som går på Nav, Dette er en utvikling som jeg tror vi alle sammen ønsker å gå vekk fra. Flere har pekt på at ansvaret for egen læring trolig kan ha bidratt til å forsterke forskjellene. Jeg tror det er riktig, og jeg tror det er svært viktig at læringsarbeid har en tydelig ledelse fra læreren, og at elevene rettledes i arbeidet sitt. Jeg vil vel påstå at Senterpartiet skiller seg litt ut fra de andre partiene her i salen ved at vi mener at det må mer praktisk arbeid inn tidligere i skoleløpet. skoleløpet. Det gleder oss, etter å ha mast i år om praktiske fag i skolen og yrkesfag, at lydmuren endelig har blitt brutt, og alle partier er nå opptatt av yrkesfag. Det blir veldig interessant å se om vi får til noen endringer i praksis, eller om det bare blir prat. Vi er også glad for at vi, sammen med SV og Arbeiderpartiet, fikk til å få tilbake valgfagene i ungdomsskolen. Vi har også lagt fram forslag om at alle skal få mulighet til å velge arbeidslivsfag, og jeg håper at også posisjonspartiene vurderer det sterkt. Det er vanskelig ut fra tilgjengelig forskning å peke på en klar forklaring på hvorfor jenter gjør det bedre enn guttene. Det er det mange som har pekt på. Forskningen er sprikende. Senterpartiet mener at muligheten for en mer praktisk og aktiv skoledag er viktig for å imøtekomme guttenes behov og vekke guttenes motivasjon for skolearbeid. Det forundrer meg at interpellanten ikke har vært opptatt av at vi må tenke på mer enn norsk, matte og engelsk i skolen. Det er sjølsagt viktig med grunnleggende ferdigheter – det er ingen uenig i – men jeg vil si: inntil et visst nivå. Som statsråden nevnte, er det noe med å fange den indre motivasjonen, og vi som politikere, og alle som er lærere og skoleledere, må være opptatt av å fange alles indre motivasjon. Da må vi spørre oss: Hva er det som er akseptabelt nivå for kunnskap og hva en ønsker å lære i norsk, matte og engelsk – for en anleggsgartner, for en frisør, en snekker eller en murer? murer? Jeg er veldig glad for at statsråden, i hvert fall, nevnte det med praktiske metoder i basisfagene. Vi har alle erfaringer med små barn, tror jeg, og dere vet like godt som meg hvor ulike de er. Jeg er sikker på at hvilke aktiviteter dere gjør sammen med barn, barnebarn eller tantebarn, eller hva det er, avhenger av hva barna er interessert i og finner glede i. Sjøl uten å ha gått på skolen, lærer barn seg å prate, lærer seg å gå, hoppe, løpe og andre ferdigheter. De lærer ved å gjøre,

som Tyvand viste til. Vi må gi rom, økonomiske muligheter og lærerkapasitet nok til å gjøre skolehverdagen bra for alle. Det gjør vi ikke i stor nok grad i dag. Vi må ha mindre grupper og mer praktiske aktiviteter, og da trenger vi lærere som kan drive med teori og praksis hånd i hånd. Jeg håper – bare som et siste ønske som jeg sender med interpellanten – at partiet

Jeg synes det er noe merkelig at statsråden fokuserer så mye på rapporten om læringstrykk og den effekten som det har hatt på utjevning av forskjeller, og ikke sier mer om den uenigheten og mangelen på på samsvar i forskningen som er innenfor dette feltet. Det er altså liten enighet om årsakene, og dermed blir det også enkelt å se for seg årsakene til at skolene og skoleeierne sliter med å velge de riktige verktøyene. NOVA-rapporten fra 2014 fant ingen studier av tiltak for å motvirke kjønnsforskjellene i skoleprestasjonene, og den sier at «også i norsk skole savnes gode forsøk som kan implementeres systematisk og evalueres». Det har vært dratt fram her av flere viktigheten av de ulike læringsformer og vektlegging av praktiske fag som verdifull kunnskap i et samfunn. Andre elementer som vi bør se nærmere på, er f.eks.: Hvordan har vi lagt opp skolehverdagen vår? Og i hvilken grad har man rom for å møte de ulike barns behov – dette med å sitte i ro lenge ad gangen, og dette med å få inn et skolemåltid for å sikre at elevene har den energien de trenger for å klare å konsentrere seg en hel dag? SV mener at dette er viktige faktorer for både gutter og jenter i arbeidet med å utjevne forskjellene. Vi må altså få en bredere enighet om og forståelse av årsakene og virkningene av tiltak basert på forsøk. Derfor er det viktig å forske mer på dette, og målet med denne forskningen må være å gi skoleeierne og skolelederne enklere tilgang til verktøy og arbeidsmetoder for å kunne løse disse utfordringene.

det jeg egentlig savnet der, var rett og slett nysgjerrigheten på hvorfor det er slik. Det fikk vi en debatt rundt som gjorde at man i hvert fall fikk diskutert det litt. Jeg har nok mine oppfatninger om hva dette kan skyldes, men det er lenge siden jeg har drevet med skolepolitikk, så jeg ønsket egentlig bare å fokusere på en problemstilling. Jeg synes jeg har fått mange gode svar i løpet av debatten. Jeg vil takke flere for gode innspill. Jeg synes Tveiten Benestad hadde en god historie som illustrerer mye av utfordringen, og dette med fysisk aktivitet, som Tyvand var inne på, hadde jo Høyres landsmøte også en kort uttalelse om. Jeg er helt overbevist om at det er mange sånne faktorer som kan spille en rolle, og som gjør at man – som Tingelstad Wøien var inne på – kan finne den indre motivasjonen hos den enkelte. Det er jo da man gjør en god jobb for hver enkelt elev når man klarer å finne fram til hva det er som gjør at hver enkelt presterer. Det er enkelt sagt, og så er det fryktelig vanskelig å få til i praksis. Det har jeg stor respekt for, men det viktige er at det fokuseres på utfordringen. Og igjen: Jeg er veldig godt fornøyd med at statsråden åpenbart tar dette på alvor. Det gode i det jeg mener er kommet fram – og i det jeg har gravd fram selv – er at de skolene som faktisk presterer godt for alle elever, også på mange måter har de minste forskjellene. Og da må det være ganske mye godt man kan forfølge her, også for å få rettet det opp. Jeg er enig med Tingelstad Wøien i at Hedmark-skolen sikkert kan være en god illustrasjon på mange utfordringer, for det er store forskjeller i fylket. Jeg hadde ikke regnet med at man skulle ta den debatten her i dag, men det er jo f.eks. ganske bemerkelsesverdig at sørfylket ligger vesentlig lavere enn nordfylket når det gjelder skoleprestasjoner. Men det får vi ta en annen gang. Nå handlet det om kjønnsforskjeller i skolen, og jeg synes særlig at med en gang man kommer over på nasjonale prøver – det var derfor jeg bare nevnte lesing og matematikk, for det er der man har resultatene – med objektiv bedømming, er forskjellene nesten ikke nesten ikke til stede. Det sier noe om at da er det ganske mye skolen selv kan gjøre med dette, og i hvert fall være oppmerksom på dette med hvordan man behandler gutter og jenter. Så jeg takker for en god debatt og håper at man opprettholder fokuset på problemstillingen, for det er viktig for hvordan hver enkelt kan realisere seg selv framover.

Mitt poeng er at vi ikke bare har et svært, svart hull og ikke aner noe om dette. Det er helt riktig at også her, som på de aller fleste områder, går det an å finne forskningsresultater som som ikke entydig konkluderer, eller som spriker i forskjellige retninger. Mitt poeng er at i bl.a. en undersøkelse som Thomas Nordahl har gjort, kan det se ut som at skoler som har mindre kjønnsforskjeller enn andre, også har noen bestemte læringsstrategier og noen bestemte måter de gjør ting på. Det betyr at da kan vi ikke bare forske videre; da er det jo grunn til å mene at dette er noe vi burde gjøre mer av også. har lyst til å nevne to ting til slutt. Det ene er at dette er et problem vi ser i så å si alle utviklingsland, og det har kommet de siste tiårene. Men det er noe godt nytt i dette også, for det betyr at

samfunn så er gutter og menn overrepresentert. Det er ikke sikkert at det har noe med akkurat kjønn som sådan å gjøre, men det kan f.eks. ha noe å gjøre med at veldig mange gutter og menn i større grad, også historisk, har vært knyttet til en del av de yrkene som er under mest press, f.eks. håndverksyrker og tradisjonelle industriyrker. Men uavhengig av det så vet vi at et godt grunnlag fra skole og barnehage er helt avgjørende. Jeg er helt enig med representanten Tynning Bjørnø i dette med et løft for yrkesfagene. Selv om det ikke er slik – og det er sikkert representanten enig i – at yrkesfagene som sådan er guttefag, er det likevel sånn at det går flere gutter på en del av de linjene som har størst frafall. Derfor vil et yrkesfagløft også gjøre noe med denne

innstilling. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, innenfor den fordelte taletid,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

mot den svarte økonomien kan gi en betydelig gevinst for fellesskapet ved at skattegrunnlaget utvides. Like viktig er det at riktig innsats vil bekjempe kriminalitet og øke kvaliteten og tryggheten for vanlige forbrukere. Forutsetningen er at vi konsentrerer og målretter innsatsen med koordinering og samhandling mellom de aktuelle etatene, og ikke tror at innsatsen blir optimal ved fragmentert og spredt kontroll, som avhenger av lokale ressurser. Til det er denne kampen for viktig. Samarbeid og samlokalisering mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og skatteetaten er nå formalisert, og det gjennomføres prosjekter i Bergen, Oslo og Stavanger med fokus på økt bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det er et prøveprosjekt, sannsynligvis også vil bli utvidet til andre byer hvor denne problematikken er gjeldende. Det er et tverrpolitisk engasjement for å finne de riktige og beste virkemidlene mot svart arbeid. Det har blitt lansert mange handlingsplaner og forslag, og nå må vi ha fokus på handling og resultat. Vi vet at den svarte økonomien er tilknyttet organisert kriminalitet og ikke et lokalt fenomen ved at noen bytter tjenester eller utfører litt ekstra utenom ordinær arbeidstid. Derfor er det viktig å koordinere og samordne ressursene mellom etatene og bruke ressursene riktig. Tilgang på og innsamling av informasjon er essensielt fordi det ofte er mange spor eller hendelser som i sum gir et riktig oversiktsbilde og grunnlag for aksjon. Tiltak mot svart arbeid må derfor være bredt forankret og ikke bli utvannet av barrierer mellom ulike nivåer og etater som tildekker helheten. Komiteens flertall viser til at grundig og regelmessig arbeidsgiverkontroll er et viktig ledd i bekjempelsen av svart økonomi, og det må legges til rette for gode kontrollmiljøer som kan jobbe systematisk og profesjonelt sammen med skatteetatens øvrige kontrollvirksomhet. Regjeringen har lansert sin strategi mot arbeidslivskriminalitet med mange viktige tiltak for å få kontroll med svart økonomi. Strategien skisserer virkemidler og fordeler ansvar for oppfølging. Som nevnt er tilgang på informasjon og konkrete kontrolltiltak viktig, men ikke på bekostning av de seriøse aktørene i markedet. Tiltak for å ta verstingene må ikke gjøre det vanskeligere for de seriøse. Samtidig som vi åpner informasjonsflyten, må vi ivareta rettssikkerheten for enkeltindividet og næringsdrivende. Denne balansegangen og avgrensningen er utfordrende fordi vi vil bekjempe svarte aktører og samtidig gjøre det mer attraktivt å være en seriøs aktør og leverandør. Da må vi se på totaliteten i rammebetingelsene for næringslivet og innføre mest mulig treffsikre tiltak mot alvorlig kriminalitet. Komiteens anbefaling inneholder forslag for ytterligere å forsterke det gode arbeidet som er igangsatt, og er enstemmig frem til romertall VI, om garantilønn for fast ansatte i bemanningsselskaper. Etter Fremskrittspartiets oppfatning er det prinsipielt uheldig å lovregulere detaljer om lønn, da dette er partenes domene gjennom tariffavtaler. Det kan være gode grunner til å se nøyere på utviklingen i bruk av kontraktsformen fast ansettelse uten garantilønn, men i så fall må dette gjøres i nært samarbeid med partene i arbeidslivet.

men i så fall må dette gjøres i nært samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi vil derfor stemme imot dette forslaget til vedtak i innstillingen. Kampen mot svart arbeid på alle fronter er viktig for det lovlige og regulære norske næringsliv, kanskje ikke minst for små og mellomstore bedrifter, som konkurrerer nettopp på det området hvor mer irregulært arbeid foregår. for våre fremtidige skatteinntekter – og er altså en viktig sak for velferdssamfunnet på sikt. Derfor er det gledelig at komiteen stort sett står samlet om å forsterke virkemidlene. Jeg ser ikke at dette er et forslag som skiller komiteen, men jeg oppfatter at både komiteen og regjeringen mener at dette er en svært viktig sak. Nyansene, også i merknadene, går mer på tempoet og styrken i bruk av virkemidler og har mye mindre å gjøre med det å forsterke kampen mot svart arbeid. De tiltakene vi setter i gang nå og senere, må gjøre det enklere å være seriøs. Kombinasjonen med å gjøre det vanskeligere å drive ulovlig kan være en balansegang som krever at tiltak må tenkes igjennom og avklares med næringsliv og ofte med partene i arbeidslivet. Tilsvarende er rettssikkerhet et viktig element når det gjelder utformingen av tiltak: Blant annet omtales det i innstillingen dette med tilleggsskatt, som ofte ilegges ved ligningen. Men ofte kan det være svært langt frem til det foreligger rettskraftige dommer, og underveis er det veldig mange eksempler på – også det fra media – at det hele faller sammen, fordi dette er komplisert jus, som heller ikke skatteetaten alltid har den riktige inngangen til. Så vi må være sikre på at skattyters rettssikkerhet ikke rammes av de tiltakene vi setter i gang. Rettssikkerheten kan aldri generaliseres; den vil alltid ramme individuelt og må tilpasses deretter. Tilsvarende gjelder for dette med skatteattester, som selvsagt ville vært strålende hvis man kunne få dem til å virke i sanntid. Men vi har et beskatningssystem som fungerer i ettertid, og ikke i sanntid, og det tror jeg vi kommer til å fortsette å ha, og det vil gjøre at en eventuell utredning om å få skatteattestene gyldig i samtid vil bli veldig krevende. Det er et godt formål, men vi må på veien også her passe på grensene for personvern og ikke minst er det avgjørende at det ikke blir tyngende for den helt overveiende lovlige delen av norsk næringsliv, som følger regelverket. Den viktige førstelinjen i kampen mot svart arbeid er en profesjonell skatteetat, som har gode profesjonelle miljøer som kan samarbeide på tvers av etatene. etatene. Det foregår jo et arbeid med å overføre denne virksomheten til staten, og der er det veldig mange innspill og synspunkter, men jeg tror at svart arbeid – og kampen mot det – kanskje er en av de aller viktigste årsakene til at vi må gjøre noe med akkurat denne saken. Det er om å gjøre å få helt topp profesjonelle miljøer, for de kjemper mot profesjonelle krefter på den siden som ikke er lovlydig. Til slutt: Jeg tror at på sikt vil det aller, aller viktigste tiltaket mot svart arbeid være å øke forbrukernes bevissthet om at man ikke skal benytte svart arbeidskraft – ikke bare fordi det er ulovlig, men også fordi det svekker skatteinntektene og svekker velferdssamfunnet på sikt. Jeg ser jo at det ikke bare er noe man bare kan sette inn en annonse i avisen om, og vips, så har man overbevist forbrukerne. Dette er et langsiktig arbeid – og vi har et slikt arbeid, hvor veldig mange parter i arbeids- og næringslivet står sammen om å ha kampanjer og å prøve å overbevise folk om at dette er den riktige måten å gjøre det på, og at de på den måten også bidrar til velferdssamfunnet. Jeg tror at den kampen må man holde oppe,

om dette initiativet fra Kristelig Folkeparti – det har han i stor grad greid. Takk for det og takk for velvilje fra alle partier. Hvis vi tar den økonomiske innfallsvinkelen, vet vi at den svarte økonomien utgjør et tap av skatter og avgifter på flere titalls milliarder kroner hvert eneste år. år. Det er mang en skattedebatt og spørsmål om nivå på skatt vi kunne eliminert hvis vi hadde fått inn de kanskje 50–60–70 milliardene som vi her snakker om, så det er av stor samfunnsmessig betydning. Samtidig er det for mange et spørsmål om det personlige, for i kjølvannet av svart arbeid og svart økonomi så det er av stor samfunnsmessig betydning. Samtidig er det for mange et spørsmål om det personlige, for i kjølvannet av svart arbeid og svart økonomi ser vi også mange enkeltskjebner. Menneskehandel er ofte svært tett relatert til den svarte økonomien, og det har vi også sett eksempler på. Vi kan ta Lime-saken, som mennesker. Og det er til syvende og sist kanskje det mest alvorlige. I den grad svart arbeid vokser i omfang, truer det også det seriøse arbeidslivet. Svart økonomi forblir et alvorlig samfunnsproblem, og ja – skatteinntektene reduseres og dermed også det felles grunnlaget for velferden. Det svekker konkurranseforholdet for de seriøse bedriftene, og respekt for lov og regler og arbeidstakernes rettigheter blir undergravd ved omfattende svart arbeid og svart økonomi. Jeg er glad for de enighetspunkter som komiteen står felles om. Det gjelder skatteetatens mulighet til å innhente relevant informasjon og sikre bevis, bl.a. gjennom beslag. Det gjelder muligheten for skatteetaten til å dele informasjon, f.eks. ileggelse av skjerpet tilleggsskatt og manglende levering av selvangivelse, med andre offentlige etater. Representanten Flåtten var inne på en side ved svart arbeid som gikk på en organisering av en etat. Problemet er imidlertid at vi ser at informasjonsflyten mellom statlige etater p.t. er så svak at man av ulike grunner – noen kaller det personvern og andre kaller det uvilje til å jobbe aktivt med det det – ikke får gjennomslag. Dermed vet den ene etaten noe den andre faktisk burde visst, uten at det – etter min mening, i hvert fall – går ut over relevante personvernhensyn. Så har flere nevnt spørsmålet om skatteattest. Jeg synes det i hvert fall er viktig at en skatteattest for andre ikke må utgi seg for noe annet enn det den er. For det er For det er problemet i dag, at man fremlegger en skatteattest, og så tror arbeidsgiveren, eller de som bestiller varer og tjenester, at den er noe mer enn det den er. Når manglene er så synlige som de er, da har vi ikke kommet så veldig langt. Så til slutt: Vi fikk et veldig klart eksempel på falsk ID i morgennyhetene i dag

Regjeringen har kommet med sine anbefalinger, som gjorde at vi kunne trekke forslagene om lærlinger og om antall leverandører i kjede. Det – sammen med det vi vedtar i dag – synes i hvert fall jeg er et godt steg videre, og det er jeg glad for at vi kan stå sammen om. Som Flåtten, Syversen og saksordføreren sa, er

ros til Kristelig Folkeparti ved Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad for å ha fremmet dette representantforslaget. Det er et godt initiativ og et bidrag som er viktig i kampen mot svart arbeid. Jeg vil også gi ros til saksordføreren, som har lagt seg i selen for å få til denne enigheten. Så er det noen nyanser ute og går her. Vi har bl.a. et forslag sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti der vi sier følgende: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at Oslo kommunes nye krav i standardkontraktene for offentlige innkjøp, vedtatt 10. juni 2014, blir gjort gjeldende for alle offentlige innkjøp over en viss størrelse.» Jeg tar dermed opp dette forslaget.

ungdom til byggebransjen og alle andre bransjer hvor fagfolk trengs, er kampen mot svart arbeid og det å ha et anstendig arbeidsliv så utrolig viktig – for at vi skal lykkes med å motivere og lykkes med å ha arbeidsplasser som er Norge verdig. så utrolig viktig – for at vi skal lykkes med å motivere og lykkes med å ha arbeidsplasser som er Norge verdig. Sett i lys av det er dette en god dag, en fin avslutning på dagens møte, med finanskomiteen, som evner å være enig om mye når enighet er innen rekkevidde. Det er en kvalitet ved demokratiet. Representanten

Våre forslag gikk lenger enn det stortingsflertallet ville slutte seg til. Ved behandlingen av forslagene som vi nå tar stilling til, viser det seg at det er bred enighet i finanskomiteen om flere gode forslag. Det er imidlertid uenighet mellom partiene om noen svært sentrale spørsmål som det er naturlig å rette oppmerksomhet mot i debatten. Den mest iøynefallende uenigheten i komiteen dreier seg om synet på garantilønn i faste Det er gledelig for meg å se at et flertall i komiteen, bestående av representantene fra Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, har funnet sammen i en merknad der dette problemet blir beskrevet. De fem partiene i dette flertallet har samlet seg om et forslag som er komiteens tilrådning til vedtak VI. Et stort problem når det gjelder skatte- og avgiftsunndragelse i næringslivet, er utelivsbransjen i Et stort problem når det gjelder skatte- og avgiftsunndragelse i næringslivet, er utelivsbransjen i de store byene. Ifølge Aftenpostens artikkel «Fjern kontantene helt fra utestedene» mener skatteeksperter at en femtedel av omsetningen i utelivsbransjen i Oslo er svart. Fra samme artikkel siteres: NHO og Fellesforbundet vil fjerne kontanter fra utestedene. Landsmøtet i Arbeiderpartiet gikk nylig inn for å gi bedrifter i reiselivsbransjen rett til å kunne velge bort kontantbetaling. Jeg vil gi Arbeiderpartiet ros for det, men jeg vil spørre om vi ikke skal våge å gå enda et skritt lenger, hvis vi skal klare å få bukt med dette. Bør vi vurdere å forby kontantbruk i utelivsbransjen i de deler av landet der dette er et stort problem? NHO sier i Aftenpostens reportasje: dette er et stort problem? NHO sier i Aftenpostens reportasje: «Dette er ikke bare ulovlig, men også svært konkurransevridende. Svart økonomi stjeler ansattes rettigheter, velferdstjenester fra de som trenger det og gjør konkurransen vanskelig for seriøse bedrifter.» Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet står også sammen om å markere at hensynet til skatteetatens taushetsplikt må underordnes hensynet til å forebygge ulovlig virksomhet. I saker der bedrifter konkurrerer om å vinne offentlige anbud, bør det ikke være mulig for bedrifter med svart virksomhet å vinne anbudet. Regjeringspartiene og Venstre mener at taushetsplikten må opprettholdes av hensyn til rettssikkerheten. Det er svært interessant å legge merke til at disse tre partiene også begrunner sin motstand mot forslag 3 i representantforslaget ved å henvise til bestemmelsene i at disse tre partiene også begrunner sin motstand mot forslag 3 i representantforslaget ved å henvise til bestemmelsene i EØS-avtalen: «Disse medlemmer viser til forslag 3 i Dokument 8:7 S om å sikre at systemet med skatteattest bedres, slik at svart virksomhet i minst mulig grad vil være forenlig med ren skatteattest. Disse medlemmer vil vise til at det dessverre er vanskelig å bruke skatteattestene til dette, fordi skatteattestene ikke kan gi informasjon som det ikke er adgang til å vektlegge i prosessene knyttet EØS-regelverket setter en skranke for å kunne avvise en leverandør på grunnlag av antatte straffbare forhold når det ikke foreligger rettskraftig dom.» På denne måten setter disse representantene hensynet til en eventuell reaksjon fra ESA foran hensynet til det svært viktige arbeidet med å bekjempe en kriminalitet der personer med utenlandsk opprinnelse er høyt representert. I

og det trengs mye sterkere tiltak enn dem vi har på plass i dag, men jeg er veldig glad for at det er så bred enighet om de tiltakene som finanskomiteen i dag foreslår. Det er noen uenigheter, som det har vært pekt på, og det gjelder bl.a. hvordan man organiserer ulike typer bedriftsstrukturer i dag ikke bare for å unndra skatt, sjølsagt, men også for å senke kostnadene på en måte som gjør at det går ut over arbeidstakerne. På den måten river man bort grunnlaget for at man kan ha en lønn man kan leve av, fra en jobb. Når man river grunnlaget bort for det, f.eks. ved at man ikke får lønn mellom oppdrag hvis man er i et innleiefirma,

noen ganger mulig å si det sånn: Er det for billig, er det noe gærent. Det gjelder når man inngår en kontrakt som offentlig sektor, eller som firma, men det gjelder også når man gjør det som privatperson. Det er noen tilbud som er for gode til å være lovlige, og da må man ta et ansvar for det. Dette går fra internasjonal kriminalitet, kamuflert i skatteparadiser, ned til de minste transaksjonene. Kanskje noe av det aller viktigste vi kan gjøre, og som jeg beklager at regjeringen har reversert, er å gi fagbevegelsen flere virkemidler. Fagbevegelsen er en av de viktigste vaktbikkjene vi kan ha. Derfor er jeg bl.a. lei for at regjeringen har trukket tilbake dette med muligheten for fagbevegelsen til å gå inn og reise søksmål på ulovlig innleie, for det er alle disse små elementene som til sammen gjør at arbeidslivet kan fungere lovlig, at vi faktisk har elementer som det er mulig å passe på. En kontrollvirksomhet som skal kunne erstatte den jobben en godt organisert fagbevegelse gjør på disse områdene på den enkelte arbeidsplass, er nesten umulig å tenke seg. Så til skatteetaten: Jeg er veldig glad for at man nå ser hvordan skatteetaten kan jobbe mye mer aktivt med dette, men vi er, fra SVs side, uenig med regjeringen i at det er en god ting å sentralisere skatteetaten, slik som regjeringen ønsker. Man begrunner dette med at man ønsker bl.a. bedre arbeidsgiverkontroll. Det ønsker jo alle – det må på plass. Men å fjerne en skatteinnkreving som i dag fungerer godt, og som fungerer bedre enn den statlige innkrevingen, mener vi er et dårlig forslag.

ulovligheter. Det er et veldig stort volum på dette. Det har vært nevnt flere tall fra andre representanter her, men hvis vi tar hele volumet av dette med økonomisk kriminalitet i tillegg, handler det om flere hundre millioner kroner. Hvis vi får vekk halvparten av dette,

først og fremst en oppgave for politiet. Men det utelukker ikke at det er mulig å utrede en særskilt ordning med bevissikring for skatteetaten. Selv om skatteetaten allerede i dag har mulighet til å dele informasjon med mange offentlige etater, er jeg åpen for å vurdere om det bør skje i enda flere tilfeller. Ordningen med skatteattest er begrenset til å være en skatterestanseattest. Skatteattesten viser om skattyter har betalt sine skatte- og avgiftskrav. Det er flere utfordringer knyttet til en utvidelse av ordningen, men det er åpenbart mulig å se nærmere på det spørsmålet også. Regjeringen utreder muligheten for at andre aktører enn kontroll- og tilsynsmyndighetene kan gjøre sanntidoppslag i offentlige registre. Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at et eventuelt forslag til regelendring kan sendes på høring til sommeren. Men allerede i dag foregår det et godt og viktig arbeid med holdningskampanjer i regi av Samarbeid mot svart økonomi, som bl.a. er rettet mot videregående skoler. Det arbeidet vil fortsette. Det kan også vurderes om enda flere etater bør trekkes inn i det arbeidet. Regjeringen er opptatt av å ha et seriøst og ordnet arbeidsliv, der faste ansettelser er hovedregelen, og der vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven sikrer gode og anstendige arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven gjelder for bemanningsbransjen som for andre bransjer. Alle ansettelser skal skje innenfor rammene av lovens to former for ansettelse – enten fast eller midlertidig. Det er lang tradisjon i Norge for at det er domstolene som må ta stilling til om den enkelte arbeidsavtale er innenfor loven, og dermed trekke opp de konkrete grensene i loven. Det er derfor den enkelte arbeidstaker som må følge opp eventuelle brudd på reglene om ansettelse og oppsigelse, f.eks. gjennom domstolene. Organisasjonene kan støtte den enkelte, både faglig og økonomisk, i slike saker. Det er prinsipielt uheldig å lovregulere detaljer om lønn, da det er partenes domene gjennom tariffavtaler. Men regjeringen vil følge utviklingen og praksisen med ut- og innleie nøye, særlig sammenlignet med bruk av andre tilknytningsformer i arbeidslivet. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor også inngått en flerårig forskningsavtale med Fafo. I forbindelse med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet skal det dessuten utredes hvordan likebehandlingsreglene ved utleie etterleves og håndheves samt eventuelle behov for nye tiltak. har merket meg at flertallet i finanskomiteen viser til at en solid arbeidsgiverkontroll som kan jobbe sammen med skatteetatens øvrige kontrollmiljøer, er et viktig tiltak i bekjempelsen av svart økonomi. Det er jeg helt enig i. Et viktig tiltak i den sammenhengen er å etablere en bedre arbeidsgiverkontroll ved å flytte denne fra kommunene til skatteetaten. Det er et spørsmål som regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, hvor vi får anledning til å presentere i full bredde den høringen som har vært gjennomført, som viser den brede støtten dette forslaget har, hos et rikt monn av fagmiljøer, som mener at dette tiltaket vil være ekstremt viktig i kampen mot svart arbeid. Men det kommer vi tilbake til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Avslutningsvis vil jeg si at jeg synes det er veldig bra at dette spørsmålet tas opp med jevne mellomrom i Stortinget. Å bekjempe omfanget av svart arbeid og økonomisk kriminalitet Det er et arbeid vi må ha fokus på innenfor vår egen nasjonale lovgivning og når det gjelder tiltak vi kan gjøre her hjemme, men det er definitivt også viktig at vi jobber bredt med dette i ulike internasjonale fora, gjennom internasjonale skatteavtaler, for dette er dessverre ikke bare et nasjonalt fenomen. Det er et stort og omfattende problem også internasjonalt.

Det er ofte penger som er tjent på narkotikaomsetning, som hvitvaskes og pløyes inn i den legale økonomien. Man får latterlig lave tilbud, fristelsen blir stor, og vi har det gående. Vi ser at dette griper om seg i større og større grad. Men dette er ikke noe nytt – for 35 år siden kom det en bok som het «Svart arbeid, en sektor i vekst». Det vi ser, er at denne sektoren ekspanderer urovekkende fort er knyttet til mobil vinningskriminalitet, bl.a. Kontrollmekanismene er for svake. To av kontrollmekanismene er knyttet til skatteattest og straffeskatt. Skatteattesten viser en statussituasjon på et gitt tidspunkt som forteller om man har restanser knyttet til ubetalt skatt. Aftenposten har avslørt i flere av sine reportasjer at et firma kan være under etterforskning for heleri, hvitvasking og momsunndragelse og likevel få ren skatteattest. Dette er noe som Finansdepartementet med ministeren absolutt må se nærmere på. Skal man bruke skatteattesten som en kontrollmekanisme, må også skatteattesten være til å stole på. Så til straffeskatt. straffeskatt. Straffeskatt er jo en straffeforføyning som brukes når man ønsker å håndtere saken på en rask og effektiv måte, men det hersker ingen tvil om at det er en straffereaksjon. Denne straffereaksjonen er underlagt taushetsplikt. Her bør man se nærmere på om taushetsbestemmelsene i skatteetaten er så pass strenge at denne opplysningen ikke kommer

veldig tett sammen med andre typer kriminalitet, menneskehandel, f.eks. Derfor har regjeringen opprettet et felles analyse- og etterretningssenter nettopp for å kunne følge bevegelsene til disse kriminelle og utveksle informasjon og utnytte ressursene i politiet og kontrolletatene på en bedre måte enn man har kunnet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

uføredelen, og uføredelen er det som i den foreliggende sak foreslås inntatt i et nytt kapittel, kapittel 8. Det omhandler nye regler for uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger. Den 1. januar 2015, altså ved årsskiftet, kom det nye regler for uføretrygd i folketrygden, og det er nå naturlig og nødvendig å gjøre endringer som angir rammene for uføredekningen i private såkalte skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger, slik at disse er tilpasset den nye uføretrygden i folketrygdloven. Kapittel 8, som her foreslås, avløser tidligere regler som er nedfelt i foretakspensjonsloven. I mars 2014 vedtok Stortinget nye regler for uførepensjon i lovfestede offentlige pensjonsinnretninger. Disse endringene trådte i kraft ved siste årsskifte. Forslaget som foreslås i denne lovteksten, har bestemmelser som er lik de som allerede er vedtatt for offentlig sektor. Det er viktig at disse ordningene i offentlig og privat sektor er mest mulig like. Så er det slik at i tjenestepensjonsloven, herunder det som foreslås her, er det ordninger i privat sektor som er såkalt frivillige ordninger det er altså opp til den enkelte bedrift, det enkelte foretak, selv å bestemme hvorvidt man skal innføre disse lovreglene. Det er også opp til den enkelte bedrift eller foretak å beslutte hvorvidt de vil innføre deler av dette, altså utnytte lovens bestemmelser noe, helt eller delvis.

slik utgangspunktet var. Til gjengjeld er satsen nå foreslått høyere enn det som lå i forslaget. Dette er komiteen enstemmig om. Dette betyr at ordningen vil være lik den som gjelder for offentlig sektor. Barnetillegget i offentlig sektor vil bli utredet nærmere. Hvis dette fører til endringer, kan det føre til at rammene for barnetillegg i privat sektor

Departementet bør vurdere den praktiske siden ved et rapporteringsansvar, som muligens kan oppleves som svært byrdefullt for den enkelte, og eventuelt komme med retningslinjer og forslag som gjør ordningene mest mulig smidige. Av saken fremgår det at det er en særmerknad fra Arbeiderpartiet og SV. Jeg antar at det vil bli redegjort for

Arbeiderpartiet, sammen med SV, er imidlertid kritisk til regjeringas forslag til maksimalramme og barnetillegg, og derfor er det bra at vi i komiteen, som saksordføreren redegjorde for, har klart å samles om at satsen for barnetillegget i tjenestepensjonsloven settes tilsvarende tillegget i de offentlige Vi er også tilfreds med at det vil være adgang til å videreføre fripoliser inntil dekning utover folketrygden blir standard i alle bedrifter. Vi er imidlertid kritisk til at departementet foreslår en mer komplisert maksimalramme enn Vi synes ellers at det er urimelig at innstrammingen er størst på lave inntekter. Vårt utgangspunkt er at ingen velger å bli ufør av fri vilje. Vi er opptatt av den sosiale profilen og av å sikre en innretning slik at ikke uforholdsmessig store deler av bedriftens pensjon tilfaller inntekter over 6 G. Men det er helt riktig som saksordføreren sa, vi fremmer ingen endringer. Denne lovendringa har dermed følgende prognose: Det ser ut til at det vil enstemmig vedtatt – og det er bra. Dette er

med barrierer som hindrer folk fra å gå fra offentlig til privat sektor og motsatt. Disse barrierene er særlig skadelige nå som norsk økonomi er i en fase med stort behov for omstilling. Fremskrittspartiet og regjeringen ønsker derfor å redusere forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor og på den måten fjerne barrierene mellom sektorene. Jeg mener at folk på lang sikt bør kunne bytte jobber mellom offentlig og privat sektor uten å måtte tenke på hvordan dette slår ut for pensjon og andre rettigheter. Derfor er jeg godt fornøyd med at endringen i tjenestepensjonsloven, som vi i dag debatterer, innebærer at det i hovedsak vil være mulig å gi uføredekning i privat sektor på linje med den nylig vedtatte uføreordningen i offentlig sektor. Jeg er også godt fornøyd med at Stortinget nå setter satsen for barnetillegget i tjenestepensjonsloven tilsvarende tillegget i de offentlige tjenestepensjonsordningene, gjeldende til 18 år. La meg imidlertid samtidig minne om at det er frivillig om et foretak i privat sektor vil knytte uførepensjonen til sin tjenestepensjonsordning, og i hvilken grad de vil utnytte rammene i lovforslaget. Det betyr at det fortsatt vil være forskjeller mellom privat og offentlig sektor, men denne saken er et skritt i riktig retning når det gjelder harmonisering av offentlig og privat pensjon. Noen ønsker å gå lenger enn regjeringens forslag til tjenestepensjon. Disse ønsker en obligatorisk ordning for bedriftene. Dette er i utgangspunktet kanskje en fornuftig tilnærming, men jeg er av den oppfatning at en eventuell obligatorisk ordning fort kan bli kostbar for små og mellomstore bedrifter, med de konsekvensene det måtte ha. La meg avslutningsvis få takke saksordføreren for godt utført jobb og flott samarbeid.

Jeg er tilfreds med at komiteen i all hovedsak har sluttet seg til de foreslåtte lovreglene om nye rammer for uførepensjonen i private skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger, som vil tilpasse uførepensjonsordninger i privat sektor til den nye uføretrygden i folketrygden som trådte i kraft ved årsskiftet. Forslaget gjelder uførepensjon som knyttes til skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven, innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven, og proposisjonen bygger – som Stortinget utmerket godt vet – på Banklovkommisjonens utredning, NOU 2013: 12, og på høringen av dette. Jeg er opptatt av at de private og offentlige tjenestepensjonsordningene bør være mest mulig like der hvor det er mulig, og jeg har merket meg at en samlet komité også gir uttrykk for dette. Det er derfor i forslaget lagt opp til at de maksimale rammene for uførepensjon fra ordningen tilsvarer det som nylig er vedtatt å gjelde i de offentlige tjenestepensjonsordningene, herunder at lønn inntil 12 G kan legges til grunn. Jeg har også merket meg at komiteen foreslår andre øvre rammer og lavere aldersgrense for barnetillegget, slik at de ytre rammene tilsvarer nivået og aldersgrensen som gjelder i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Et viktig hensyn bak forslaget er at regelverket skal gi incentiver til å stå i arbeid der det er mulig, og det er derfor foreslått regler om forholdsmessig fradrag ved arbeidsinntekt som overstiger 0,4 G, og om samordning av flere uføreytelser for å unngå at de samlede ytelsene blir for høye. Det er lagt opp til at departementet kan fastsette nærmere overgangsregler og eventuell frist for avvikling av eksisterende uførepensjonsordninger i forskrift, og behovet for slike nærmere regler vil vi på vanlig måte vurdere i forbindelse med ikrafttredelse av nye lovregler. La meg bare helt avslutningsvis knytte noen få kommentarer til representanten Hagebakken, som skapte et inntrykk av at regjeringen har fremmet forslag i strid med Banklovkommisjonens anbefalinger. Det er altså ikke riktig. De maksimale rammene er utformet slik at de tilsvarer det som er vedtatt å gjelde i de offentlige ordningene, og det er vanskelig å se at rammene bør være høyere i privat sektor enn i offentlig sektor. Banklovkommisjonen avga sin utredning og foreslo maksimale rammer før reglene for de offentlige ordningene var vedtatt, men Banklovkommisjonen har i sin utredning vist til at det bør legges vekt på hva som vil gjelde i offentlig sektor. sektor. Med det er jeg glad for den brede enigheten som kommer til uttrykk i Stortinget i behandlingen av denne saken. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 14–17 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Sakene er annen gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene

er god

men vi så

Ja det

Ja det måtte være

si takk for

hva du